Nicholas Wilkinson Til nå har regjeringen vist at de ikke tar stomisaken på alvor. Media har vist den brutale kuttpolitikken, og det har vært plagsomt for regjeringen. Regjeringen vil fjerne kuttet for granulat, men har ingen løsninger for de andre tingene barna og de voksne trenger. Tusenvis av mennesker, mange barn, er i en utrygg situasjon med store ekstrakostnader. Om du har penger eller ikke, skal ikke avgjøre om barnet ditt skal ha det vondt når man skifter stomiutstyr. Det har ikke regjeringen skjønt. Derfor er det så viktig å få en hastebehandling under § 39 c for denne saken. Jeg ber representantene i salen om å støtte hastebehandling. Hjelp disse barna, disse familiene og menneskene som trenger hjelp! Hvis det går til komité, vil SV ha det hurtig behandlet. Stortinget bør presse regjeringen.

Dette er vi i Arbeiderpartiet innstilt på å behandle hurtig i komité, men vi mener at saken bør få en litt bredere behandling enn ved å vedta forslaget i dag. Vi ønsker en hurtig behandling i komité. Jeg tar også ordet til en stemmeforklaring. Fremskrittspartiet er enig i at personer med stomi må få tilgang til forbruksmateriell, og at de antallsbegrensningene som er innført, har gitt svært uheldige utslag for barnefamilier. De siste ukene har vi alle sammen fått henvendelser fra familier som nå får unødvendige månedlige ekstrakostnader på flere tusen kroner. Fremskrittspartiet forstår ikke hvorfor denne gruppen skulle bli rammet så hardt, og mener at dette må ryddes opp i. Derfor har vi stilt noen spørsmål til helseministeren og i dag fått bekreftelse på at helseministeren har forstått alvoret. Antallsbegrensningen på geldannende granulat fjernes fra 1. november. Det vil få tilbakevirkende kraft, sånn at alle familier som har hatt utlegg for dette i år, får det tilbakebetalt. Den 16. oktober, altså i morgen, skal det være et møte mellom foreningen NORILCO, Helfo og Helsedirektoratet for å diskutere nivået på de øvrige produktgruppene. Hvis de der kommer fram til at taket skal heves eller fjernes, har helseministeren gitt oss bekreftelse på at han da vil sørge for at brukerne får refundert utleggene de har hatt fram til nå. Med bakgrunn i dette svaret og bekreftelsen fra helseministeren vil jeg anbefale Fremskrittspartiets stortingsgruppe å støtte komitébehandling av forslaget, slik presidentskapet foreslår.

måten å behandle saken på. Derfor anbefaler jeg Senterpartiets gruppe å gå inn for det. Flere har ikke bedt om ordet. Representanten Nicholas Wilkinson har anmodet om hastebehandling av representantforslaget. Komiteen og Stortinget kan arbeide og fatte sine vedtak raskt dersom flertallet ønsker det. Presidenten fastholder derfor sitt forslag om

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.